og bad om at det blei føreteke nye målingar av strålingsfaren. Det fekk dei ikkje lov til. Det skaper frykt, usikkerheit og frustrasjon, og slik skal det ikkje vere. Høgre meinar at det må føretakast målingar av elektromagnetisk stråling ut frå normallast og maksimal last av linja eller jordkabelen, i tillegg til dagens gjennomsnittsmålingar, for å skape tryggleik for dei innbyggjarane som får desse anlegga inn til sine nærområde. Vi har dei siste åra sett store protestar mot utbygging av straumnettet mange stader. Dette kjem av at det ikkje har vore tilstrekkeleg tillit mellom offentlege styresmakter og dei som desse linjene vedkjem. Det er viktig å arbeide aktivt for å skape tillit, og då er dei nye tiltaka når det gjeld konsesjonshandsaming, ein god reiskap til det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra energi- og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

for CO2-håndtering, og jeg er glad for at en samlet komité støtter denne hovedmålsettingen. På Svalbard er det nedlagt et betydelig arbeid for å se på hvordan et eventuelt nytt kullkraftverk i Longyearbyen også kan brukes som et demoprosjekt for fangst og lagring av CO2. Dette er noe en samlet komité ser med stor interesse på. Det er liten tvil om at kull i overskuelig framtid er den eneste realistiske energikilden for produksjon av kraft og varme på Svalbard. Dagens kullkraftverk i Longyearbyen er nå 30 år gammelt og trenger utvilsomt en oppgradering for å kunne sikre framtidig varme- og kraftproduksjon. Vi er også kjent med at dette kraftverket har fått pålegg fra Klima- og forurensningsdirektoratet om å bygge et nytt renseanlegg. Derfor ser en samlet komité med interesse på forslaget om å kombinere denne oppgraderingen med etablering av et demoprosjekt for fangst og lagring av CO2. Komiteen har også merket seg at et slikt demoprosjekt har fått støtte lokalt på UNIS, Bydrift Longyearbyen og Lokalstyret, og at prosjektet også støttes av SINTEF, Bellona og Zero mfl. På grunn av Svalbards særstilling når det gjelder miljømessig sårbarhet, er dette forskningsarbeidet av særlig viktighet. Derfor er det her flere spørsmål som må utredes nærmere når det gjelder dette prosjektet. Det gjelder både energibehov, teknologi og klimapotensial. I brev til komiteen av 6. mars i år har statsråden på en god måte redegjort for dette. Statsråden mener i denne forbindelse at søknaden om en forstudie bør kunne vurderes Det er også ønskelig å avvente Gassnovas utredning om mulighetsrommet for realisering av fullskala CO2-håndteringsprosjekter før det tas endelig stilling til enkeltprosjekter av denne karakter. Den langsiktige planleggingen av energiforsyningen er i denne sammenheng meget viktig. Derfor er det nå viktig og nødvendig å komme i gang med en helhetlig utredning som omfatter både energiforsyning og rensekrav når det gjelder Svalbard-samfunnet. Jeg vil tro at dette også er viktig for å kunne bevilge midler fra det såkalte CLIMIT-programmet. Jeg har stor tro på dette tiltaket, men her er det viktig å gjøre tiltakene i riktig rekkefølge. Når det gjelder de øvrige merknader og forslag fra mindretallet, regner jeg med at dette blir begrunnet av de partiene som står bak dette. Det er

Norge har i realiteten to kullkraftverk, ett i Longyearbyen og ett i det russiskadministrerte Barentsburg. Kullkraftverket i Longyearbyen er det eneste kullkraftverket på norsk jord som vi har driftsansvaret for, og det finnes i dag for liten grad av rensing der. Det må nå på plass. Fremskrittspartiet er også positiv til samfunnsmessig betydningsfulle prosjekter på Svalbard som bekrefter og forsterker norsk tilstedeværelse nå og for ettertiden. Verden er i rask endring og har i moderne historie alltid vært det, og vil etter all sannsynlighet også fortsette å være det. Svalbard, som en viktig del av nordområdene, vil fort kunne bli et langt mer strategisk område enn det det tross alt er i dag. Myndighetene har pålagt kullkraftverket rensekrav for sot, svovel og NOx, og det er bevilget 73 mill. kr til dette arbeidet i årets statsbudsjett. Disse pengene risikerer man er bortkastet dersom man ikke allerede nå ser at rensing, inkludert rensing av CO2, i et nytt kraftverk også har behov for å komme etter hvert. Det er et godt argument i seg selv, og det står støtt på egne dersom man ene og alene forsvarer en rask igangsettelse av CO2-rensing i Longyearbyen, basert på den læring og innovasjon som dette prosjektet kan gi. Vi har en helt unik mulighet til å kunne følge hele verdikjeden i regi av Universitetssenteret på Svalbard og verdens første feltbaserte utdanning langs Den næringsmessige og miljømessige gevinsten som ligger som en mulighet foran oss dersom vi offensivt tar denne rollen, er enorm i en verdensomspennende sammenheng. Vi vil kunne selge teknologi, utstyr og kompetanse til bygging, drift og vedlikehold til stater som pålegger seg selv å rense sine kullkraftverk, eller til bedrifter som ønsker å gjøre det samme. Internasjonalt vil norsk personell og norsk teknologi og kunnskap kunne ta denne ledende rollen. Det vil være et bidrag som er langt større innenfor CO2-utslippskutt enn de krav vi setter til oss selv til CO2-kutt i Norge. Løsningen på forurensningsproblemene er å tenke lokale løsninger som også fungerer andre steder der forurensning finnes, og det er globalt. Representantforslaget følger også Fremskrittspartiets politikk. Når vi ser muligheten til å oppnå en større del av de internasjonale CO2-forpliktelsene for en brøkdel av kostnadene, er det viktig å gripe den muligheten. I tillegg kommer muligheten for norsk næringsvirksomhet til å gjøre penger på teknologien som ny næring, som en meget positiv konsekvens. Det å avvente Gassnovas utredning er ikke et godt nok argument for å si nei til et nytt kullkraftverk på Svalbard. Dette er noe som haster, i den grad man ønsker å ta en ledende posisjon i forhold til kompetanseutvikling og utvikle teknologien til et produkt som norske bedrifter kan nyte godt av ved salg til utlandet.

som en stor produsent av olje og gass har vi også et ansvar for å bidra der vi kan. Fossil energi vil være en viktig del av energimiksen i mange tiår fremover. Derfor er det helt nødvendig at vi lykkes med å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. I dette arbeidet vil teknologisenteret på Mongstad spille en viktig rolle. Samtidig er det avgjørende at vi satser bredt på prosjekter som kan gi mye læring for pengene, og som gjør det mulig å forske på alle ledd i prosessen. Det er ikke minst viktig at Norge bidrar med flere muligheter enn bare som forsknings- og teknologimiljøer kan bruke som utgangspunkt for læring og videreutvikling av ulike teknologiske løsninger. Kullkraftverket på Svalbard er et meget godt egnet sted å etablere et pilot- og demonstrasjonsanlegg for fangst, transport og lagring av CO2. På Svalbard kan forskere følge karbonet fra gruven gjennom forbrenning i kraftverket og rensing av røykgassen via noen kilometer med rørledning og ned i reservoaret. Det er ikke mange andre steder i verden forholdene ligger så godt til rette for et demonstrasjonsprosjekt. Geologien på Svalbard er den samme som på norsk sokkel, bare at det som i Nordsjøen befinner seg under vann, finner vi over vann på Svalbard. Kostnaden ved å bore injeksjonsbrønner på land på Svalbard er omtrent 1–5 pst. av en offshorebrønn. Universitetssenteret på Svalbard har allerede identifisert et egnet reservoar og boret flere brønner. Lagringsprosjektet, som videreutvikles under navnet Longyearbyen CO2-lab, har knyttet til seg 15 industri- og forskningspartnere. På utdanningssiden kan Universitetssenteret på Svalbard bli det første universitetet i verden som kan tilby feltbasert utdanning langs hele CCS-verdikjeden. Kullkraftverket er 30 år gammelt og modent for utskifting eller oppgradering. I dag renser ikke kullkraftverket for verken sot, svovel eller NOx. Dagens situasjon i det Norge liker å fremstille som uberørt arktisk natur, kan dermed ikke fortsette, uavhengig av om det etableres et anlegg for fangst og lagring av CO2 eller ikke. Klima- og forurensningsdirektoratet har pålagt kullkraftverket å rense for sot, svovel og NOx, og det er bevilget 73 mill. kr til dette i statsbudsjettet for inneværende år. Samtidig mangler det en helhetlig plan for energiforsyningen i Longyearbyen. Myndighetene har ikke konkludert verken når det gjelder valg av fremtidig energibærer, strategi for fremtidig energiforsyning eller helhetlige krav til rensing. Det betyr at man risikerer å bruke 73 mill. kr på rensing av et 30 år gammelt kraftverk uten å vurdere kraftverkets fremtid og alternative muligheter.

fordi det gamle kraftverket ikke produserer nok energi til å dekke fangstanleggets behov. Høyre mener derfor det bør bygges et nytt kullkraftverk, som tilfredsstiller krav til utslipp av sot, svovel, NOx og CO2 fra dag én. Det er avgjørende at et slikt prosjekt utredes av CLIMIT og Gassnova så raskt som mulig, slik at kullkraftverkets fremtid kan avgjøres før utbedringene etter pålegg fra Klif iverksettes. Det betyr at det haster. Det ville være meget synd om denne unike sjansen skulle løpe fra oss fordi den ene etaten ikke styrer hva den andre gjør. Derfor er det avgjørende med en helhetlig vurdering av forholdene på Svalbard. Jeg er glad for at en samlet komité er så positiv til dette prosjektet. Da gjenstår det bare å gjennomføre. Spørsmålet om etablering av kullkraftverk med fullskala CO2-fangstanlegg på Svalbard omfatter en rekke store spørsmål. Ett av dem er Spørsmålet om etablering av kullkraftverk med fullskala CO2-fangstanlegg på Svalbard omfatter en rekke store spørsmål. Ett av dem er teknologiutviklings- og klimapotensialet. Et annet er framtidig energiforsyning i Longyearbyen. Senterpartiets grunntanke er at jorden skal leveres tilbake til våre etterkommere i minst like god stand Derfor er en ambisiøs klimapolitikk helt sentralt for oss. Men da må vi også ta hensyn til at Svalbard er særlig sårbart. Målinger viser at temperaturen og nedbørsmengden øker på Svalbard, og at temperaturen her stiger raskere enn i resten av Norge. Havis- og fjordisutbredelsen rundt Svalbard er i endring. Permafrosten tiner. Det skaper ytterligere utfordringer for klimaet og for framtidens infrastruktur på Svalbard. Ikke minst vil bresmeltingen på Svalbard påvirke klimaet både globalt og regionalt. Med andre ord er arbeidet med å bremse klimagassutslippene kanskje særlig viktig for Svalbard. Miljøet på Svalbard er sårbart både for klimaendringer og andre utslipp. Men i Norge har vi midler, kompetanse og muligheter til å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier for nettopp CO2-håndtering. Svalbard kan derfor være et interessant demonstrasjonsprosjekt for både fangst og lagring av CO2. Svalbard har vært omtalt som et eldorado for CO2-forskere. Prøveboringer i forbindelse med forskning på CO2-lagring har gitt gode resultater. Svalbard er trolig det eneste stedet i Norge hvor man har strukturer i grunnen som egner seg for CO2-lagring på land. Samtidig har ikke Svalbard de samme utfordringene som mange steder på kontinentet. Befolkningen på Svalbard er stort sett positiv til CO2-lagring på Svalbard og slutter opp om visjonen om at CO2 fra kullet blir pumpet ned igjen. Mye ligger til rette for fangst og lagring av CO2 på Svalbard. Avgjørelsen om hvorvidt det skal etableres et kullkraftverk med fullskala fangst og lagring her, må likevel tas på bakgrunn av en rekke vurderinger, deriblant hvordan framtidens energiforsyning til Svalbard skal være. Derfor mener jeg, som statsråden, at beslutningen om kullkraftverk med CO2-fangst og -lagring på Svalbard må tas innenfor det apparatet som er opprettet. Søknaden om forprosjekt bør kunne vurderes gjennom og videre bør Gassnovas utredning av mulighetsrommet for realisering av fullskala CO2-håndteringsprosjekter foreligge før man tar stilling til enkeltprosjekter. Vår tids største utfordring er Vår tids største utfordring er klimaendringene. Vi har økte klimagassutslipp. Til dette trenger vi tiltak for å snu denne trenden. Til dette trenger vi teknologisk utvikling, vi trenger holdningsendringer, og vi trenger politisk mot. Saksordfører Bendiks H. Arnesen hadde et godt innlegg der han snakket om framtidsrettede og effektive teknologier for CO2-håndtering. Dette er viktig i et framtidens klimasamfunn. På Svalbard er det, som vi har hørt tidligere i debatten, kull som i uoverskuelig framtid er energikilden. Over lang tid har man på Svalbard arbeidet med de utfordringer kull gir oss med tanke på klimagassutslipp. Det har vært arbeidet tverrsektorielt, og man har jobbet grundig. Kristelig Folkeparti støtter Høyres forslag om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard. Vi mener at dette er et viktig tiltak – et tiltak som vi i dag kunne gått videre på gjennom de naturlige prosessene. For Kristelig Folkeparti er dette også et tiltak som vi ønsker å ta med oss inn i det arbeidet vi nå driver med knyttet til klimameldingen, fordi dette er et viktig pilotprosjekt som vi kan gå videre på med hensyn til den prosessen også. Da jeg hørte representanten Olsen fra Senterpartiet, var det en fantastisk beskrivelse av dette prosjektet. Befolkningen er med, mye ligger til rette, ordet «eldorado» ble brukt. Ja, det kan være av interesse. Samtidig avsluttet representanten Olsen med å si at vi må inn i de vanlige prosessene. Ja, alle slike prosjekter skal inn i de vanlige prosessene. Men samtidig oppnår vi ingen endringer hvis ikke vi i denne sal viser politisk mot

for CO2-håndtering. Jeg er glad for at det kommer nye initiativer på dette området, og i så måte er det konstruktivt at opposisjonen kommer med forslag. Det bidrar til å skape oppmerksomhet om dette viktige satsingsfeltet. Det er bra, ettersom vi fra statens side bruker mye ressurser på CO2-håndtering. Forrige uke åpnet vi Teknologisenteret på Mongstad. For alle som er opptatt av CO2-håndtering, var dette en stor dag. Teknologisenteret utgjør en vesentlig del av vår satsing på teknologi for CO2-håndtering. Det er et unikt anlegg. Jeg ønsker å trekke fram to forhold: For det første er det med sin kapasitet på 100 000 tonn CO2 et svært demonstrasjonsanlegg. Det betyr at vi kan teste teknologier i forholdsvis stor skala. Testene blir dermed desto mer relevante for For det andre mottar anleggene røykgass fra både raffineriet og kraftvarmeverket på Mongstad. Ettersom røykgassene fra disse to kildene har ulikt CO2-innhold, gir det unik fleksibilitet som er viktig for testing av teknologiene. I tillegg til et teknologisenter på Mongstad står denne regjeringen for en rekke andre aktiviteter på området som til sammen utgjør en helhetlig satsing på CO2-håndtering. Vi i regjeringen jobber gjennom en rekke fora for Vi i regjeringen jobber gjennom en rekke fora for å hjelpe utviklingen av CO2-håndtering internasjonalt. Vi må innse at ambisjonene om å realisere fullskala CO2-håndteringsprosjekter er utfordrende. Det ser vi svært tydelig i arbeidet med fullskalaprosjektet på Mongstad. Det er flere ganger vist til både utfordringer ved de teknologiske løsningene og tilknytningen av et fullskala CO2-fangstanlegg til et stort i drift. Ingen er tjent med at de første fullskala prosjektene er dårlig gjennomført. Det er en forutsetning for regjeringen at investeringsbeslutningen som legges fram for Stortinget senest i 2016, er godt gjennomarbeidet og kvalitetssikret. Vi må få fortgang i utviklingen av CO2-håndteringsteknologi. Det er behov for mer forskning, flere demonstrasjonsanlegg, og ikke minst flere store eller fullskala anlegg. Gjennom behandlingen av Meld. St. 9 for 2010–2011, Fullskala CO2-håndtering, i fjor sluttet Stortinget seg til at Gassnova skulle gjennomføre et utredningsarbeid, for nettopp å se på mulighetene for å realisere fullskalaprosjekt i Norge, utover Mongstad. Gassnova er godt i gang med utredningsarbeidet, som etter planen skal ferdigstilles i 2014. Første delrapport er forventet innen utgangen av 2012. Studien skal kartlegge, analysere og vurdere ulike typer punktutslipp, inkludert utslipp fra eksisterende og eventuelt nye anlegg innenfor både kraftproduksjon og industri. Utredningen skal altså gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til mulige CO2-håndteringsprosjekter i Norge og vil være viktige i regjeringens videre arbeid med å legge til rette for fangst og lagring av

Videre har lokalstyret i Longyearbyen fått utarbeidet en rapport rundt framtidig kraftforsyning i Longyearbyen. Denne rapporten danner et viktig grunnlag for Justis- og beredskapsdepartementets videre arbeid med energiforsyningen i Longyearbyen. Etter mitt syn har vi nå et egnet apparat som gir et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere ulike prosjekter innenfor CO2-håndtering. Før det kan tas stilling til enkeltprosjekter av den karakter som foreslås

Ser ikke statsråden at det vil være altfor sent dersom vi avventer Gassnovas beslutning og utredning ved utgangen av 2012 og lar kullkraftverket på Svalbard rense for sot, svovel og NOx nå, og at vi i realiteten lukker døren for det som kan bli et helt unikt demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring av

Jeg kan ikke se – og jeg deler heller ikke analysen knyttet til det – at en rensing av svovel- og NOx-utslipp fra kraftproduksjonen i Longyearbyen er det samme som å utelukke en eventuell senere oppskalering av et renseanlegg på Svalbard. Statsråden kan vel heller ikke selv tro på at hvis vi bruker 73 mill. kr på å rense et 30 år gammelt kullkraftverk nå, så kan vi rive det neste år for å bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg. Statsråden må vel også se at i realiteten er det slik at hvis man velger å etterkomme Klifs pålegg om å rense for sot, svovel og NOx, vil døren være lukket for å bygge et demonstrasjonsprosjekt i nær fremtid. Hva som da vil skje langt frem i tid, er en annen historie, men det er boret seks brønner, forskerne står klare, de mangler bare CO2 til å fylle disse brønnene med. Det å skyve dette ut i mange, mange år virker ikke som en fornuftig fremgangsmåte. Vil statsråden sørge for at Klif får utsettelse med sine pålegg? Jeg
Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for kraftforsyningen på Svalbard, og når det angår hva som konkret skal skje på Svalbard, er det riktig å forholde seg til Justisdepartementet. Som olje- og energiminister kommer jeg ikke til å ta initiativ overfor verken Justisdepartementet eller Klif for at de påleggene som er kommet for å rense utslipp i Longyearbyen, skal få utsettelse eller ikke bli iverksatt. Jeg deler rett og slett ikke analysen av at dette er et gjensidig utelukkende prosjekt. Nå er det slik at det er olje- og energiministeren som står her, og ikke justisministeren. Derfor er jeg nødt til å spørre ham om disse tingene. Vil statsråden være enig i at det vil være upraktisk å ettermontere et renseanlegg på et 30 år gammelt kraftverk som ikke har kraft nok til å drifte renseanlegget, slik situasjonen er ved det gamle kraftverket på Svalbard? Ser han at det å bruke 73 mill. kr på å rense for sot, svovel og NOx i realiteten vil være et hinder for å bygge et nytt kullkraftverk som et demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2? Eventuelle tekniske utfordringer knyttet til en eventuell bygging av et fullskala CO2-håndteringsanlegg på Svalbard må vi komme tilbake til når Gassnova har lagt fram sin rapport, og når vi har fått tid og anledning til å vurdere det. Jeg mener i alle høve at både regjeringen og Stortinget plikter å adressere de utslippene som skjer her og nå, og den forurensningsproblematikken som allerede eksisterer på Svalbard, uavhengig av framdriften for

om han mener at et vedtak her i dag om et nytt, miljøvennlig kullkraftverk vanskeliggjør Gassnovas utredningsarbeid i så stor grad at vedtaket ikke lar seg inkorporere i Gassnovas utredningsarbeid, som skal legges fram politisk.

saken. Som jeg redegjorde for i svaret til representanten Astrup, mener jeg at det ikke er gjensidig utelukkende knyttet til et eventuelt framtidig fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Longyearbyen. Statsråden er meget opptatt av å iverksette rensing av sot, svovel og

til hva som skal være Svalbards fremtidige energi- og kraftforsyning, hvordan den skal renses, og i hvilken grad det åpner for et fullskala demonstrasjonsprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2. Hvorfor dette hastverket etter 30 år, når vi kan vente noen få måneder og se dette i sammenheng? La meg først bare få komme med en bemerkning: En uke etter at verdens største demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 sto ferdig på Vestlandet, på Mongstad, er det vel kanskje grunn til å reflektere over de store skrittene vi har tatt framover som nasjon knyttet til dette felles målet, også i Stortinget. Så selv om Gassnova skulle konkludere med at dette er et godt prosjekt, og selv om

og en nødvendig opprydding av lokal forurensning i Longyearbyen her og nå. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg merket meg at representanten Utsogn fra Fremskrittspartiet sa at det var bra at jeg mente at kull i uoverskuelig framtid er den eneste realistiske energikilden for produksjon av kraft og

vanskelig å komme inn som vararepresentant i en sak som er under arbeid, og måtte gå inn i debatten. Så jeg skal nøye meg med bare å understreke det som representanten Astrup sa, at det var en samlet komité som sto bak den merknaden. Jeg ser ikke de store motsetningene i Stortinget i denne saken. Det eneste som skiller her, er at opposisjonen vil igangsette prosjektet her og nå. Jeg tror både prosjektet og vi her i Stortinget vil stå oss på å ta tingene i riktig rekkefølge. Jeg har stor tro på dette prosjektet, og jeg har tro på en realisering av dette prosjektet. Jeg er ikke i tvil om at departementet og fagetatene vil samarbeide godt med Svalbard-miljøet for å finne

det vil bli løsninger som alle er tilfreds med. La meg til slutt bare bekrefte det representanten Astrup sa i sitt innlegg, at saken skal vedlegges protokollen, noe som i praksis betyr at dette er en sak som det skal arbeides videre
var noe overrasket over at statsråden kanskje fremsto litt negativ. Men det er bra at vi også fikk avklart at forslaget ikke skal avvises, tvert imot, det skal vedlegges protokollen. Enstemmigheten i komiteen om forslaget som sådant synes jeg er positiv. Klimautfordringen er vår tids største utfordring, og det å løse den med teknologiske nyvinninger er viktig. Jeg var også til stede ved åpningen av Teknologisenteret på Mongstad og er glad for at vi har kommet til den milepælen det representerer, med tanke på å utvikle teknologi for rensing. Men jeg er samtidig glad for at vi fikk Stortinget og regjeringen med oss på å åpne for å vurdere rensing på andre steder enn på Mongstad – det arbeidet som Gassnova nå er i gang med. Når det gjelder Svalbard, er vi fra Høyres side utålmodig etter å benytte den muligheten som vi ser ligger der ganske opplagt. Longyearbyen må gjøre noe med sin fremtidige energiforsyning. Kull er naturlig, som også komiteen enstemmig har stadfestet, som en fremtidig energikilde. Svalbard har også muligheten for deponering på land. Som bl.a. representanten Astrup var inne på, er de geologiske formasjonene de samme på land på Svalbard som dem vi har på sokkelen. Så dette forslaget handler ikke bare om rensing, men det handler også om lagring. Det er klart at den læringseffekten vi kan få ved å se hvordan CO2 oppfører seg i reservoarene, kan vi få til en langt rimeligere penge enn det vi har mulighet til gjennom tilsvarende undersøkelser i Nordsjøen og på sokkelen vår. På Svalbard har vi en mulighet til å følge hele verdikjeden, fra kullet tas ut, til det brukes og til det deponeres. Vi har et lokalsamfunn som stiller seg positivt til denne typen etablering, og vi har også et miljø gjennom Longyearbyen CO2-lab og deres industripartnere, som virkelig har grepet fatt i denne problemstillingen. De jobber aktivt med det, og de vil kunne være en viktig bidragsyter til prosjektet som sådant og til å bygge videre på den kunnskapen prosjektet vil kunne gi oss. Så selv om vi ikke får flertall for dette forslaget i dag, håper jeg at de positive signalene en enstemmig komité gir når det gjelder dette prosjektet, viser at vi kan realisere det om ikke så altfor lenge. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 6 og 7 behandles under ett – og det anses vedtatt.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

for å kunne sikre en rask, men allikevel forsvarlig behandling av sakene. Det har vært viktig. Så vil jeg også som saksordfører bemerke at lovproposisjonen om endringer i klimakvoteloven er sendt til Stortinget før direktivet formelt er innlemmet i EØS-avtalen. Det er gjort av tidshensyn for å sikre at norske bedrifter innlemmes i det nye kvotesystemet samtidig som Her er det viktig å få sagt at forslaget til gjennomføringsregler legger til grunn at vi skal ha en harmonisert løsning, hvor EFTA-landene blir fullt integrert i kvotesystemet på samme måte som EU-statene og omfattes av de samme reglene for tildeling av kvoter. Det mener vi er et viktig grunnprinsipp for å sikre at norske bedrifter har samme konkurransevilkår som sine

økes fra ca. 40 pst. til omtrent 50 pst. Den kanskje viktigste omleggingen som skjer, er en veldig mye sterkere harmonisering av måten tildeling av kvoter skjer på. Til nå har det vært sånn at landene har fått tildelt en kvotemengde og selv utformet nasjonale planer for hvordan kvotene skal fordeles mellom ulike sektorer, og hvor stor andel av dem som skal være gratis, selvfølgelig innenfor noen rammer. De planene har trengt godkjenning fra kommisjonen, men allikevel har det vært et ganske stort politisk handlingsrom for f.eks. å prioritere noen sektorer foran andre. Det blir helt annerledes nå. Med det nye kvotedirektivet vil alle kvotetildelinger skje på bakgrunn av samme beregningsmetodikk basert på benchmarking, helt uavhengig av hvilket land bedriftene eller i. Det er kanskje litt spesielt som politiker å mene at det er bra at politikere mister makt, men akkurat i dette tilfellet, når det handler om å videreutvikle en markedsbasert mekanisme, mener jeg faktisk det. Det gir et mer enhetlig system, det gir likere rammevilkår for bedriftene helt uavhengig av hvilket land de befinner seg i, og mindre rom for lobbying og gjennomslag for særinteresser. Det er dessuten et system som belønner de teknologiledende bedriftene ved at de alltid vil komme godt ut sammenlignet med benchmark i sin bransje. For norske produksjonsbedrifter, som i stor grad befinner seg i teknologifronten, er det godt nytt. Jeg vil bare kort nevne at virksomhetene deles inn i tre ulike kategorier, som bestemmer hvor mange kvoter de kan få De bedriftene som regnes for å være utsatt for karbonlekkasje, kommer til å få tildelt 100 pst. gratiskvoter av historisk produksjonsnivå. Det mener vi i utgangspunktet er bra. Men allikevel kan det sies å være noe spesielt at petroleumsvirksomheten har havnet i den kategorien, og det er det da EU-systemet som har bestemt. Derfor har komiteen gjennom sine merknader valgt å understreke det Miljøverndepartementet selv skrev i en pressemelding etter at denne avgjørelsen ble kjent. Der sies det at regjeringen legger til grunn at «petroleumsvirksomheten ikke skal få økonomiske lettelser som følge av kvotene, og vil komme tilbake med forslag for å ivareta dette». Alle, unntatt Fremskrittspartiet, imøteser at et sånt forslag kommer. Så vil jeg også kort nevne det arbeidet som foregår i kommisjonen med å utarbeide et regelverk for å kompensere karbonlekkasjeutsatt virksomhet for den indirekte CO2-kostnaden de får gjennom økte kraftpriser. I går kom det melding fra kommisjonen om at listen over sektorer som kan omfattes, er klar, og at regelverket skal være på plass i løpet av to uker. Vi ser i hvert fall fra Arbeiderpartiets side at dette er et viktig tema for den kraftkrevende industrien, og vi følger nøye med på hva som skjer, for å være sikre på at norsk industri har samme rammevilkår som industrien i Europa for øvrig. Så velger jeg å ta av saksordførerhatten et lite øyeblikk for å kommentere de delene av innstillingen hvor komiteen deler seg. Det er en samlet komité som gir sin støtte til at direktivet innlemmes i norsk lov, men Fremskrittspartiet har valgt å fremme et tilleggsforslag hvor de krever at Norge ikke skal sette i verk sine lovendringer før minimum 85 pst. av EU-landene har implementert direktivet i sine lands lovverk og i tillegg viser en praksis som er i tråd med dette. For det første er tankegangen som avsløres her, grunnleggende usolidarisk. Det ville ha ført til at absolutt ingenting skjedde dersom de andre statene fulgte Fremskrittspartiets eksempel. Men først og fremst er det for meg veldig vanskelig å forstå hva dette egentlig skal bety, og hva som er Fremskrittspartiets hensikt med å fremme det. Det sentrale poenget med det nye kvotedirektivet er jo at kvotene blir tildelt fra kommisjonen til virksomhetene ut fra tildelingskriterier som er like for alle land. Det er helt umulig for noen nasjonalstat å vise en annen praksis.

inn der, til tross for at den enigheten man kom fram til i København, omfatter nær sagt alle land og ikke minst alle de store utslippsnasjonene. Det er selvfølgelig en enorm svakhet ved den avtalen at den ikke er juridisk bindende, men jeg antar at alle partier på Stortinget tar seriøst de utslippsforpliktelsene som Norge har meldt under den avtalen.

ikke får gjennomslag. Jeg skal la det ligge nå, men allikevel er tanken på mer gjennomslag for en offensiv klimapolitikk i en regjeringskoalisjon hvor Fremskrittspartiet er en dominerende aktør, noe spesiell. Avslutningsvis vil jeg gå tilbake til kvotedirektivet og endringene i kvoteloven. Jeg mener det er bra at Stortinget i dag gjør et vedtak om å implementere kvotedirektivet i norsk lovgivning, og at vi gjør de lovtilpasningene som skal til. Det gjør det europeiske kvotesystemet mer omfattende, og det gjør at europeiske utslipp reduseres ytterligere. Det er grunnleggende sett bra. I tillegg bidrar Norge, gjennom sin tilslutning, til å videreutvikle

For å gjøre det helt klart: Fremskrittspartiet støtter direktivet. Vi støtter også lovendringen som følger av direktivet, men vi tar et lite forbehold. Vi tar et lite forbehold i en situasjon hvor Europa er i en vanskelig økonomisk situasjon – det er det vel ingen som er i tvil om i denne salen – hvor man kan sette spørsmålstegn ved viljen hos de enkelte medlemsstatene til å innføre en del av de bestemmelsene som kommer. Dette gjør vi kun for å ivareta og sikre norske interesser. Det følger av vårt forslag at når EU innretter seg etter direktivet, gjør også Norge det. Men det setter vi som en forutsetning. Det er kun forskjell når det gjelder når direktivet og lovendringene som følger av det, skal implementeres i norsk lov.

internasjonale avtaler om reduksjon. Det er et faktum som berører Norge, og derfor mener jeg det er naturlig å ta et forbehold. Dette er en alenegang som EU, sammen med Norge og Sveits i hovedsak, kjører, og vi har et næringsliv som i stor grad deltar i konkurranse i internasjonale markeder. Men problemstillingen er – selv om man

gjør disse beregningene av historisk nivå – en lavere produksjon enn det man hadde i tiden etter, og det man forventer i tiden som kommer. Derfor er Fremskrittspartiet opptatt av å understreke – og det gjør vi også i våre merknader – viktigheten av å kompensere for det. Det mener vi er veldig viktig. Vi kan ikke stille oss i den situasjonen at vi som følge av dette setter norsk næringsliv, norsk industri og norske arbeidsplasser i fare. Det er i hvert fall ikke en utvikling Fremskrittspartiet ønsker. Det er et faktum at vi ofte er beste gutt eller jente i klassen, selv om vi ikke er medlem av EU engang, og da mener jeg det er naturlig at man tar et slikt forbehold. Jeg skulle gjerne ønske at det var flere som fulgte oss i det forbeholdet. Jeg registrerer at saksordføreren gjør et poeng av at Fremskrittspartiet tar noen forbehold Ja, det gjør vi, fordi – og et samlet storting sa det samme da vi behandlet petroleumsmeldingen – det er ønskelig å øke utvinningsgraden på norsk sokkel – såkalt haleproduksjon. Det var altså ønskelig fra Stortingets side, men det står i motstrid til å gjøre det mer kostbart å slippe ut CO2 for den samme næringen, all den tid de marginale nødvendigvis slipper ut mer CO2. Det gjør det mindre lønnsomt med haleproduksjon. Det er i hvert fall noe Fremskrittspartiet har valgt å forholde seg til. Jeg konstaterer at resten av komiteen ikke gjør det. Så til denne såkalte programprosessen som det vises til når det gjelder om Fremskrittspartiet tror på eller ikke tror på såkalt menneskeskapt global oppvarming. Det er ikke det Fremskrittspartiet har en prosess på. Men vi aksepterer, og vi sier, at det er klart at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, på samme måte som det menneskelig aktivitet påvirker klimaet, på samme måte som det påvirker mange andre forhold rundt oss. Det det er tvil om – og som det fremdeles heller ikke er en vitenskapelig konklusjon på – er hvor mye dette utgjør, i forhold til det som er naturlige variasjoner. Det er det det eventuelt er tvil om. Dermed vil jeg ta opp vårt forslag i sak nr. 6. Representanten Per-Willy Amundsen har tatt opp det forslaget han refererte til. Høyre stiller seg bak utvidelsen og videreføringen av det til. Høyre stiller seg bak utvidelsen og videreføringen av det europeiske kvotemarkedet, fordi det er et effektivt virkemiddel for å redusere utslippene i det som i realiteten er vårt hjemmemarked, nemlig EU-markedet. Norge har jo stor handel med våre europeiske partnere. 70 pst. av vår import kommer fra EU, og 80 pst. av vår eksport går til EU-landene. Det er viktig at vi har like konkurransevilkår, og det er viktig at vi har et system som gjør at vi i vår del av verden bidrar til reduserte klimagassutslipp. Kvotemarkedet har, til tross for lave kvotepriser, vist seg å være et effektivt virkemiddel, og vi har tro på at det også vil være det i fortsettelsen. I tillegg nevnte at det europeiske kvotemarkedet kan ha en overføringsverdi for kvotemarkeder i andre deler av verden. Forhåpentligvis er dette noe vi kan bygge videre på når vi forsøker å lande et internasjonalt system for prising av karbon, CO2, fra 2020, slik man ble enige om i Durban. Så skal ikke jeg gå inn i en lang debatt om hva Fremskrittspartiet mener, Fremskrittspartiet kan snakke for seg selv. Men jeg merker meg at Fremskrittspartiet støtter direktivet. Det er Høyre veldig fornøyd med. Det siste jeg vil nevne, er det saksordføreren tok opp om CO2-kompensasjon for industrien. Det er også vi veldig opptatt av. Det er viktig at norsk industri har konkurrenter, og dersom man i EU kan kompenseres for CO2-prisen i kraftprisen, må det også være mulig å gjøre det i Norge. Så vi mener det er positivt at også regjeringspartiene jobber for å få dette til. Senterpartiet skal være ledende i å føre Norge fra det fossile til

Det skal lønne seg å kutte utslipp av klimagasser. Kvotedirektivet er en av mange brikker som vil bidra til å få dette til. Senterpartiet støtter at EUs reviderte kvotedirektiv innlemmes i norsk lov, og i motsetning til Fremskrittspartiet ønsker vi å gjøre dette uten betingelser. Vi støtter at nødvendige endringer for å implementere dette gjøres i

fører til innlemmelse av kvoteregelverket i EØS-avtalen. Gitt det vil direktivet føre til en harmonisert felles europeisk løsning. Kvotetildelingen vil da skje på basis av samme beregningsmetodikk og ikke basert på hvilke land utslippene skjer i. Skal norsk industri være konkurransekraftig også i framtiden, må omstillingen mot framtidens grønne næringsliv skyte fart.

som forventes, som følge av økte karbonkostnader knyttet til produksjon av fossil energi. Dette er et viktig tema for norsk kraftkrevende industri. Vi har allerede sett gode eksempler på at bedrifter i Norge har utviklet teknologi som gjør dem langt bedre rustet til en framtid med strengere klimakrav. Et godt eksempel er Yara, som har utviklet en katalysatorteknologi som reduserer lystgassutslippene ved fabrikken mellom 70 og 90 pst. Tiltaket førte til kraftig reduserte utslipp i Norge, og teknologien kan også eksporteres ut av landet og gi store utslippsreduksjoner på verdensbasis. Vi trenger flere slike gode eksempler. Norge trenger flere bedrifter som omstiller seg og blir konkurransekraftige i den fornybare framtiden. Kvotedirektivet er ett av mange slike virkemidler som vi støtter, som vi støtter, og vi hadde også håpet at alle partier kunne gå helhjertet inn for det. Kristelig Folkeparti støtter regjeringens ønske om et bredest mulig kvotesystem med flest mulig deltagende sektorer og land. Innlemmelse av det reviderte kvotedirektivet i EØS-avtalen vil bidra til dette. Utvidelsen av kvotesystemet innebærer at andelen norske utslipp som er omfattet, øker fra om lag 40 pst. til om lag 50 pst. Det reviderte direktivet øker graden av harmonisering mellom landene som er med i kvotesystemet, betydelig. De nasjonale allokeringsplanene som vi har hatt fram til nå, erstattes med et system hvor alle kvotetildelinger skjer på bakgrunn av samme beregningsmetodikk basert på benchmarking – uavhengig av hvilket land virksomheten befinner seg i. Det er anslått at norske bedrifter i perioden 2013–2020 vil kunne motta i overkant av 150 millioner gratiskvoter. Norske utslipp forventes å bli høyere enn dette, og Norges deltagelse vil derfor bety at de årlige utslippene innenfor kvotesystemet reduseres. Sektorer som regnes som utsatt for karbonlekkasje, vil få tildelt vederlagsfritt kvoter tilsvarende 100 pst. av historisk produksjonsnivå i forhold til benchmark i bransjen. Kristelig Folkeparti har merket seg at petroleumsvirksomheten er plassert i denne kategorien, noe vi har vært skeptisk til. Samtidig har vi merket oss at regjeringen i klimameldingen delvis har dekket opp for denne avgiftslettelsen for oljeindustrien med å øke CO2-avgiften, noe vi er glad for. Kristelig Folkeparti følger med på arbeidet for at et land kan gi virksomheter som er særlig utsatt for karbonlekkasje, kompensasjon for økningen i kraftprisene som forventes som et resultat av kvotehandel. Dette er et viktig tema for norsk kraftkrevende industri. Kyotoprotokollen er i dag det eneste juridisk bindende folkerettslige rammeverket for kutt i klimagasser. Kristelig Folkeparti mener det er viktig at dette rammeverket videreføres etter Durban-toppmøtet, selv om avtalen omfatter en stadig mindre andel av de globale utslippene. Videreføring den videre framdriften i forhandlingene om en global avtale. EU har tatt viktige initiativ for å utvikle kvotehandelssystemer som allerede har global overføringsverdi, og som andre land ser til. Kristelig Folkeparti ser det som viktig og naturlig at Norge deltar i det europeiske kvotemarkedet. Norske bedrifters deltagelse i det europeiske kvotemarkedet er et viktig tiltak for å nå disse målene. men det gir enda større grunn til bekymring når en ser på effekten av kvotehandelssystemet, med så lav pris som det er i dag. Når det er så lav pris, frykter vi for effektiviteten, og det krever derfor kanskje enda større kutt innenlands. For Kristelig Folkeparti er det viktig at en også ser at det er begrensninger i kvotehandelssystemet. Sånn sett er vi bekymret for at prisen de siste årene har vært nede på under 70 kr per tonn, for det bidrar ikke til den nødvendige teknologiutvikling og investeringer i